Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Vest-Agder: Per Sverre Kvinlaug For Hordaland: Leif Audun Sande For Oslo: Mats A. Kirkebirkeland Per Sverre Kvinlaug, Leif Audun Sande og Mats A. Kirkebirkeland er til stede og vil ta sete. Fra Statsministerens kontor foreligger brev til Stortinget, datert 28. august 2020, om midlertidig bestyrelse Under henvisning til kongelig resolusjon opplyses det: «Statsråd Henrik Asheim overtar i perioden fra og med 1. oktober 2020 til og med 13. januar 2021, hvor statsråd Torbjørn Røe Isaksen etter planen skal avvikle foreldrepermisjon, bestyrelsen av Arbeids- og sosialdepartementet, i tillegg til ansvaret han i dag har for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet. I perioden statsråd Torbjørn Røe Isaksen etter planen skal konstitueres statssekretærene Saida Roshni Begum og Vegard Einan som statssekretærer for statsråd Henrik Asheim i Arbeids- og sosialdepartementet.» Presidenten foreslår at brevet vedlegges protokollen, og anser det som vedtatt. Representanten Bjørnar Moxnes vil

Moxnes vil fremsette et grunnlovsforslag. Jeg framsetter på vegne av Rødt forslag om endring av § 59 i Grunnloven. Representanten Erlend Wiborg vil fremsette et

På vegne av meg selv ønsker jeg å fremsette grunnlovsforslag om ny § 85 a, om innbyggerinitierte folkeavstemninger. Representanten Nils T. Bjørke vil fremsette to grunnlovsforslag.

Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen, Emilie Enger Mehl og meg sjølv legg eg fram eit grunnlovsforslag om endring i § 120 a, om pengeeining. Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette et grunnlovsforslag. Det er et grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til framleggelse av Michael Tetzschner, Nils T. Bjørke og Per Olaf Lundteigen, om endring i §§ 17 og 49, retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014. Representanten Arne Nævra vil
Det var hyggelig å se presidenten og forsamlingen igjen! Jeg har gleden av å framsette et grunnlovsforslag fra representantene Nils T. Bjørke, Marit Knutsdatter Strand, Geir Pollestad, Karin Andersen, Lars Haltbrekken og meg sjøl om endring av § 112, vern av dyrka og dyrkbar mark. Representanten Kari Elisabeth Kaski vil fremsette et På vegne av representantene Audun Lysbakken, Petter Eide, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og meg selv vil jeg framsette et forslag om endring i § 25, om mer åpenhet om norsk krigsdeltagelse i utlandet. Representanten Freddy André Øvstegård vil fremsette to grunnlovsforslag.

På vegne av representantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Solfrid Lerbrekk, Nicholas Wilkinson og meg selv har jeg den store glede å sette fram et grunnlovsforslag om endring i § 49 og ny § 75 a, om folkeforslag og folkeavstemninger. Så vil jeg på vegne av meg selv foreslå endring i § 57, om valgdistrikt. Representanten Per-Willy Amundsen vil fremsette et grunnlovsforslag.

På vegne av representanten Christian Tybring-Gjedde og meg selv har jeg den ære å fremsette et grunnlovsforslag på vegne av Carl I. Hagen om ny § 89 annet ledd, om å gi Høyesterett initiativrett til å prøve om en ny lov strider mot Grunnloven. Representanten Himanshu Gulati vil fremsette et grunnlovsforslag. På vegne av meg selv er det en glede å fremme forslag om endringer i §§ 54, 68 og 121 i Grunnloven, om å tillate nyvalg midt i en stortingsperiode. Representanten Anniken Huitfeldt vil fremsette et grunnlovsforslag. Jeg vil på vegne av representantene Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Jette F. Christensen, Trine Skei Grande, Terje Breivik, Geir Sigbjørn Toskedal og meg selv fremme et grunnlovsforslag om endring i §§ 25 og 26 i Grunnloven, om forsvarsmakten og utenriksstyret. Representanten Petter Eide vil Jeg har den store ære å legge fram et grunnlovsforslag på vegne av Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson og meg selv om endring i § 25, om forbud mot atomvåpen på norsk jord. Representanten Geir Jørgen Bekkevold vil fremsette

På vegne av representantene Svein Harberg, Silje Hjemdal, Freddy André Øvstegård, Une Bastholm, Bjørnar Moxnes og meg selv har jeg gleden av å fremme et grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 116 første punktum, bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond. Representanten Sigbjørn Gjelsvik vil fremsette et grunnlovsforslag. Jeg vil på vegne av representantene Trygve Slagsvold Vedum, Nils T. Bjørke og meg selv legge fram forslag om endring i § 75 eller § 120 a i Grunnloven, om grunnlovfesting av Norges Banks representantskap. Representanten Michael Tetzschner vil fremsette to grunnlovsforslag.

På vegne av representantene Peter Frølich, Morten Wold og meg selv har jeg æren av å fremsette et grunnlovsforslag om endring i § 98, forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære – og likeledes, på egne et grunnlovsforslag om et nytt tredje ledd i § 95, om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene. Representanten Carl-Erik Grimstad vil fremsette to grunnlovsforslag.

Begge forslagene fremmes av representantene Solveig Schytz, Trine Skei Grande og meg selv. Det første dreier seg om endring i § 100, slik at den heretter skal lyde: «Frimodige ytringer om statsstyret, religion og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver.» Det andre dreier seg om fravikelse av menneskerettighetene, såkalt derogasjon, ny § 113 b. Representanten Ola Elvestuen vil fremsette et

På vegne av representantene Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson og meg selv har jeg æren av å legge fram forslag om ny § 110 a i Grunnloven, om rett til tilfredsstillende levestandard og helse. Representanten Jette F. Christensen vil fremsette to grunnlovsforslag.

På vegne av representantene Martin Kolberg, Lene Vågslid og meg selv vil jeg framsette forslag om ny § 113 a, om begrensning i menneskerettighetene og – fra de samme representantene – forslag om ny § 113 b, grunnlovfesting av derogasjon. Representanten Solfrid Lerbrekk vil fremsette et

Heidi Nordby Lunde, Sivert Bjørnstad, Jon Gunnes, Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande og meg
et grunnlovsforslag. På vegne av meg selv vil jeg fremme forslag om endring i §§ 86–88 og 90–91, om domstolkommisjonens forslag til et helhetlig grunnlovsvern for domstolene. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes vil fremsette et grunnlovsforslag. Knag Fylkesnes vil fremsette et grunnlovsforslag. Eg vil på vegner av Une Bastholm, Bjørnar Moxnes, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås og meg

og skal kome kystsamfunna til gode. Grunnlovsforslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Ingen har bedt om ordet. Vi er da kommet til avslutningen av det 164. storting, det tredje storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil gjerne si noen ord om virksomheten i den sesjonen som nå ligger bak oss. Sesjonen vi avslutter i dag, har vært en sesjon helt utenom det vanlige. Fra mars ble Stortingets arbeid med hensyn til både saker og arbeidsformer sterkt preget av covid-19-viruset, men med strenge smitteverntiltak fortsatte Stortinget å fatte vedtak selv da store deler av landet stengte ned. Koronaloven ble enstemmig vedtatt av Stortinget 21. mars. Stortinget stilte seg bak en lov som tydelig definerte rammene for samarbeidet mellom nasjonalforsamlingen og regjeringen i den ekstraordinære situasjonen. Fra loven trådte i kraft 27. mars, og frem til den ble opphevet 27. mai, meddelte regjeringen Stortinget 32 forskrifter fastsatt i medhold av loven, hvorav fem forskrifter ble stanset i Stortinget. I løpet av våren ble det videre vedtatt en rekke tiltak for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet. Saker knyttet til virusutbruddet preget naturlig nok Stortingets men sesjonen vi nå legger bak oss, har også omfattet stor aktivitet i Stortinget på andre felt. Da sesjonen begynte, hadde landet flertallsregjering, men i januar gikk Fremskrittspartiet ut av regjeringssamarbeidet med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, og vi fikk igjen en mindretallsregjering. Dette har naturligvis påvirket den parlamentariske hverdagen. Antall anmodningsvedtak i denne Dette er en betydelig økning fra forrige sesjon, da antallet var 91. På det nåværende tidspunkt er det levert inn 2 795 skriftlige spørsmål fra representantene. Regjeringens medlemmer har besvart 206 spørsmål til ordinær spørretime, 116 hovedspørsmål i muntlig spørretime og 37 interpellasjoner. Komiteene har holdt til sammen 101 høringer, hvorav Videre ble det avgitt 399 innstillinger i sesjonen, et tall som er nesten på nivå med de foregående sesjonene. I sesjonen 2019–2020 ble det fremmet til sammen 154 representantforslag. Dette er et tall som heller ikke ligger så langt bak antallet fra de siste sesjonene. Stortinget har i løpet av sesjonen behandlet en rekke forslag til lovendringer. Sentrale saker som kan nevnes, var endring i bioteknologiloven og endring i trossamfunnsloven. januar i år ble også Grunnloven endret, da § 63 om ombudsplikten ble forandret, og 14. mai oppnådde ytterligere fire grunnlovsendringer det nødvendige flertall. Til sammen har Stortinget behandlet 150 proposisjoner og 29 meldinger fra regjeringen denne sesjonen. Videre har det vært holdt 15 redegjørelser fra regjeringens medlemmer. Presidenten vil til slutt gjerne takke for innsatsen til alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk. Jeg erklærer herved forhandlingene i det 164. storting for avsluttet, og ber samtidig om at representantene én og én – med god avstand seg imellom – undertegner den fremlagte protokollen. Det er delt ut penner på alle plassene, slik at representantene kan bruke hver sin Protokollen vil bli liggende fremme frem til kl. 15, slik at det er mulig å komme tilbake når pågangen er mindre.

var

Det er